land. Bistandsforvaltningen kjennetegnes av komplekse relasjoner, internasjonalt samarbeid på ulike nivå, mange giverkonstellasjoner, og hovedinnsatsen ligger i land med betydelige korrupsjonsproblemer. Det er fakta. Økte bistandsbudsjetter og mangfold av givere og mottakere er noe denne regjeringa kan være stolt over. Men det er samtidig en utfordring for den norske bistandsforvaltningen. Det holder ikke å være positiv på en naiv måte. Ekte bistandsvenner stiller også kritiske spørsmål. Bistand må virke etter sin hensikt. Den skal hjelpe på varig vis dem som trenger det mest – de som lever i nød og fattigdom, som ikke kan lese eller skrive, som mangler mat, rent vann eller elementær helsetjeneste, som mangler arbeidskompetanse eller et nødvendig produksjonsmiddel. Formålet er intet mindre enn å løfte familier, landsbyer og hele regioner og land inn på veien mot utvikling, fred og velstand. Derfor må utilsiktede konsekvenser undersøkes nøye og så bekjempes. Penger uten styring vil være en forbannelse. Bistanden må hele tida bli bedre, og derfor hilser vi i Senterpartiet alle kritiske og konstruktive undersøkelser av resultatoppnåelsene i bistandsforvaltningen velkommen. Representanten Foss var inne på at han var overrasket over at det var en slik kritisk undertone fra alle i komiteen. Jeg er glad for å være en del av det. Legitimiteten i norsk bistandspolitikk er også helt avhengig av at vi spiller med åpne kort og framstiller forholdene så ærlig og oppriktig vi makter. Det er skattebetalernes penger vi forvalter, og de fortjener alltid å bli brukt på en rasjonell og forstandig måte. Til slutt vil jeg understreke at bistand alene aldri har fått et land ut av fattigdom og Det er i siste instans landet sjøl med sine politiske ledere og institusjoner som er ansvarlig for landets framgang. Aller først vil jeg takke saksordføreren for en god gjennomgang av hva denne saken dreier seg om. Fra Kristelig Folkepartis side ser vi Riksrevisjonens undersøkelser som et viktig redskap for å bedre effektiviteten og måloppnåelsen i bruken av offentlige midler. Dette gjelder på alle samfunnsområder, enten temaet er virksomhet her i Norge eller – som i denne saken resultatorientering i norsk bistand. Riksrevisjonens rapport er både kritisk og konstruktiv, slik den skal være. Jeg vil gjerne gi uttrykk for en anerkjennelse av det arbeidet som Riksrevisjonen gjør i disse undersøkelsene. Vi kan diskutere enkeltheter, men systemet med Riksrevisjonens Vi erfarer betydelige svakheter i gjennomgangen av virksomheter her hjemme i Norge, og vi må forvente enda større utfordringer for virksomheter som skal gjennomføres ute, i noen av verdens fattigste og ofte mest konfliktfylte land. Riksrevisjonen sier det treffende slik: «Bistandsforvaltningen kjennetegnes av internasjonalt samarbeid, komplekse giverkonstellasjoner og innsats i land med begrenset forvaltningskapasitet.» Både Utenriksdepartementet og andre norske aktører i utviklingsarbeidet har det siste tiåret arbeidet for økt kvalitetssikring og sterkere resultatfokus. Det er blitt forbedringer, f.eks. i form av organisatoriske endringer for å styrke arbeidet med FNs fond og men forbedringspotensialet er fortsatt betydelig. Et eksempel er Utenriksdepartementets oppfølging av antikorrupsjonsarbeidet gjennom Norges deltakelse i FN-organisasjoner. Riksrevisjonen har denne gangen undersøkt tre av dem, og konklusjonen er at Norge i svært begrenset grad har fulgt opp kampen mot korrupsjon i perioden 2006–2009 – det til tross for at Stortinget er blitt lovet at det skulle legges økt vekt på arbeid mot korrupsjon. Jeg vil gjerne vite om de konstitusjonelt ansvarlige statsrådene har vært kjent med dette faktum, eller om også de har fått ny kunnskap gjennom Riksrevisjonens kritiske påpekninger. Det er et viktig spørsmål, siden det synes å være sprik mellom det Stortinget har fått opplyst, og det som Blant de positive trekk i rapporten er at UNICEF, FNs barnefond, beviselig har stor kapasitet i felt. Riksrevisjonen finner videre at denne FN-organisasjonens oppfølging av lokale partneres regnskapsføring må vurderes som tilfredsstillende. Det er også positivt. Giverlandene har sammen satt seg som mål å få til en bedre koordinering av bistanden. Det er målet. Men Riksrevisjonen har i flere samarbeidsland registrert økende antall donorer og mer fragmentering av givere og programmer. Det utfordrer både resultatorienteringen og effektiviteten i bistanden. Jeg tror Riksrevisjonen har helt rett i at flere FN-organisasjoner har store og tungrodde styrer og følgelig sjeldne styremøter. Det bidrar til at det blir administrasjonen som styrer. Riksrevisjonen mener det er behov for å forsterke Norges personellmessige kapasitet til å følge opp de store beløpene vi kanaliserer gjennom FN-organisasjonen. Det bør vi følge opp i budsjettene framover. Kraftige bevilgningskutt til bistandsadministrasjon, som noen går inn for i budsjettet for neste år, er derfor feil medisin. Det er positivt at regjeringen styrker vurderingene av de forskjellige multilaterale organisasjonenes effektivitet. Det vi nå etterlyser, er at dette følges opp av klarere konsekvenser for budsjettprioriteringene innen bistandsbudsjettet. Også fra Kristelig Folkepartis side vil vi framheve de utfordringene som ligger i at mange utviklingsland har store korrupsjonsproblemer, lav grad av økonomisk frihet og begrenset grad av demokrati. Ofte er det også svak beskyttelse av eiendomsrettighetene, og næringsutviklingen hemmes av slike forhold. Det rammer selvsagt også bistandens mulighet til å nå resultater. Diskusjonen om Norge gir bistand til for mange land, blir ofte for overflatisk etter mitt syn. Jo, det kan være grunner til at vår bilaterale stat-til-stat-bistand må konsentreres om færre land enn i dag, samtidig kan vårt mangfold av frivillige organisasjoner ha godt fundert partnersamarbeid med lokale aktører i mange forskjellige fattige land. Dette synes jeg kanskje at Fremskrittspartiet og Høyre overser noe. Det kan være gode grunner til at forskjellige bistandskanaler har ulike retningslinjer for geografisk

gjort, og jeg slutter meg til dem som sier at dette er et vesentlig bidrag til bedre innsikt i hvordan våre rutiner fungerer, og hvordan de kan gjøres bedre. Jeg er også glad for at det fra komiteens side her i salen er anerkjent at Utenriksdepartementet har tatt tak i det Riksrevisjonen har påpekt, at vi har arbeidet med det systematisk, og at vi har gjort ganske tydelige endringer i vårt eget oppsett i departementet for bl.a. å bekjempe korrupsjon, ha en sentral kontrollenhet som bistår oss. Dette er nye måter å arbeide på, og vi tror det vil gi resultater. Jeg slutter meg til det meste av det som er sagt i de forskjellige innleggene her. Jeg har bare lyst til å utdype på noen områder. Når det gjelder kontrollen med de store fond og programmer – representanten Foss var inne på dette – er jeg den første til å si at ja, det er komplekst å kunne følge hver krone fra Norge inn i disse programmene og ut igjen på bakken. Det er helt åpenbart at FN-delegasjonene våre har store oppgaver her. Hvis vi måtte legge all kontrollkapasitet på dem som jobber ved disse delegasjonene, hadde det åpenbart vært spinkelt. Jeg vil legge til to ting i denne sammenheng. Det ene er det vi følger opp på landnivå, hvor vi altså kan se mottakerkapasiteten til det disse gjør i sitt arbeid gjennom våre ambassader ute i felten. Jeg vil også legge vekt på det Norge har gjort for å styrke de kontrollrutinene disse organisasjonene selv har. Jeg vil si at f.eks. i forhold til en moderne organisasjon som

fordi vi var ubekvemme med resultatet, og vi fikk tilfredsstillende svar fra organisasjonen selv. Så her må vi jobbe strategisk. Jeg er enig med representanten Foss i at styrefunksjonen i disse organisasjonene kan stå tilbake å vente i forhold til hva man måtte ønske. Men det er nå slik at det å være i styret er viktig for Norge, å være aktive når vi deltar der, slik vi bl.a. nå gjør i Verdens helseorganisasjon, som er en av de organisasjonene komiteen har kritiske merknader til. Det var det også i salen tidligere i dag. Eksempler på større saker hvor Norge i organisasjonens styre har gått i bresjen for å få til endringer, er felles resultatorientert budsjettreform i UNDP, UNFPA og UNICEF, mer detaljert rapportering om varslingssaker og hvordan disse følges opp – det har vært frontet av Norge – styrking av organisasjonenes granskningskapasitet, altså deres egen kapasitet, større åpenhet og krav til organisasjonene om klarere strategisk fokus, mer resultatbasert styring og bedre resultatrapportering. Så vil jeg si til det representanten Bekkevold var inne på når det gjaldt vår kapasitet til å administrere bistanden: Ja, det er et dilemma som jeg selv møter når vi får økte budsjetter, om vi kan være trygge på at vi har kapasitet til å følge det opp.

kommunikasjonskapasitet osv. er tatt gjennom interne effektiviseringer. Men en vesentlig nedbygging av antall personer som jobber med administrasjon, vil jeg i denne sammenheng ikke tilrå. Så vil jeg også, siden jeg har arbeidet i en FN-organisasjon, si at også disse organisasjonene har et stort press fra giverne når det gjelder hva de kan bruke til administrasjon, eller såkalt overhead, hva de kan bruke for å administrere arbeidet. De fleste givere – og det kan man forstå setter den prosentdelen meget, meget lavt i håp om at mest mulig av det som er gitt, skal gå til felt. Det er en målsetting jeg støtter, men jeg tror vi også må ha anerkjennelse for at det kreves dyktige folk, som også koster, til å kontrollere. Jeg vil ta med meg de innspillene som er kommet. Vi er klar over at det påligger dem som jobber i utenrikstjenesten, et stort ansvar for å følge opp disse pengene. Vi er fullt klar over at det er skattebetalernes penger det handler om.

Det blir åpnet for replikkordskifte.

ble skviset ut fordi man ikke likte at han hadde uttalt seg offentlig. Hvordan harmonerer dette med regjeringens målsetting om åpenhet i bistanden, og hvilke signaler sender man med dette til andre som er satt til å kontrollere pengebruken? Jeg er ikke kjent med at noen er blitt forsøkt skviset ut. Om ønskelig skal jeg bringe det på det rene. Det er en alvorlig anklage. Det jeg kan vise til, er at vi gjennom grep internt i departementet, Sentral kontrollenhet, har skjerpet kontrollen med måten norske ressurser brukes på i denne sammenhengen, betydelig og hatt en veldig aktiv invitasjon til at varslere står fram om de opplever at noe på noen måte er uregelmessig. Det tror jeg har styrket både kontrollen med pengebruken og vissheten om at de kommer til god anvendelse.

Da komiteen tok dette opp med den norske delegasjonen i New York, fikk vi bekreftet at styredeltakelse var nedprioritert til fordel for mer direkte kontakt med organisasjonene ute i felten. Under høringen i Stortinget ga utviklingsministeren og hans ledsagere en helt annen forklaring og hevdet at aktiv styredeltakelse var og ville bli prioritert. Vil utenriksministeren nå oppklare

profesjonelt bygget opp – har man lært litt av erfaringen. Men det er en del FN-organisasjoner som driver for mye på autopilot, og som ikke har lært av senere tids ledelsesfilosofier eller kontrollrutiner. Jeg skal ikke starte noen budsjettdebatt med utenriksministeren her, tatt i betraktning at budsjettet er så godt som vedtatt, men jeg tror nok at det innenfor Utenriksdepartementets samlede kapasitet finnes muligheter for å fokusere mer på kontrollrutiner, også i FN. For med respekt å melde er mottakerlandenes norske delegasjoners kapasitet begrenset, og deres faglige muligheter er også begrenset. Jeg vil gjerne spørre utenriksministeren om hvilken FN-organisasjonen man rett og slett har kuttet ned på støtten til som en følge av kontrollrutiner. Presidenten vil bare minne om at taletiden er 1 minutt på

de fleste organisasjoner som ønsker å være relevante fremover, vil prioritere dette, slik at de har høy tillit hos giverne. Jeg merker meg det som er sagt, både av Riksrevisjonen og i innleggene her i dag, om større fokus på kontrollrutiner. Jeg mener at vi i Utenriksdepartementet, siden Riksrevisjonen begynte med dette arbeidet, har økt fokuset der betydelig. Så må vi finne balansen, slik at vi ikke blir overfokusert på kontroll, men også blir fokusert på politikk og hva vi ønsker å få ut av det, og at vi klarer å engasjere et innspill med disse organisasjonene, slik at vi enten gjennom styredeltakelse eller gjennom det diplomatiske arbeidet vi gjør, har påvirkning på både den politiske retningen de tar, og hvilke kontrollrutiner de velger. Ja, men det ligger mye politikk i god kontroll og særlig i å ta konsekvensen av det. av det. Det er ofte det som har manglet. Vi etablerer apparater som kontrollerer, men hvis man vet at kontrollen ikke gir konsekvenser, gir heller ikke kontrollen noen særlig effekt. Mitt spørsmål er: Har utenriksministeren på sitt område – siden jeg ikke får spørre han som ikke er her – eksempler på at man har trappet ned støtten til FN-organisasjoner, eller kanskje helt kuttet den ut, som følge av at man er misfornøyd med de interne kontrollrutinene? Hvis det ikke finnes slike eksempler, må man være fornøyd over hele linjen, og det stemmer ikke med det som utenriksministeren hittil har sagt. Av organisasjoner som jeg har ansvaret for – det gjelder ikke innenfor de sentrale utviklingsorganisasjonene – har ikke Norge kuttet ned på bidrag. Men f.eks. når det gjelder Balkan, har vi kuttet ned på landbistand som følge av

da er det jo påfallende at den konstitusjonelt ansvarlige statsråd ikke er tilstede og kan da ikke svare på spørsmål. Så vidt jeg vet, er det denne gang ikke dårlig vær verken i Brussel eller på Gardermoen. Vi er i en situasjon der vi ikke lenger kan debattere med statsråder som er til stede. Det har Stortinget merket seg. Replikkordskiftet er dermed omme. Dette er

som har lagt ned mye arbeid i dette. Jeg synes det er uakseptabelt det vi nå opplevde i replikkordskiftet, at en statsråd som er ansvarlig for brorparten av det som vi faktisk behandler her i dag, ikke er til stede. Han var til stede ved starten av møtet og har tillatt seg å forlate stortingsmøtet midt under behandlingen av en sånn type sak. Som komitéleder har jeg fra talerstolen lyst til å gi uttrykk at jeg synes det er uakseptabelt. Jeg synes utenriksministeren bør ta det med seg tilbake til regjeringen. Presidenten vil bare bemerke at han har også registrert at ansvarlig statsråd har forlatt salen under behandlingen av saken. La meg først få understreke at det er veldig pussig at ansvarlig statsråd ikke er

men jeg vil likevel understreke det som komitélederen sa om det forarbeidet som komiteen har gjort i denne saken. Jeg tok egentlig ordet på nytt som saksordfører for å kommentere noe som representanten Per-Kristian Foss sa, og som også utenriksministeren kommenterte i tilknytning til Per-Kristian Foss’ innlegg, og det er at midler som kanaliseres til det multilaterale systemet, systemet, følges opp. Selvfølgelig følges det opp i FN-delegasjonen i New York. Det har komiteen satt seg grundig inn i, både ved å være i New York og også ved å ha høring her hjemme hvor Utenriksdepartementets avdeling var til stede, og i Washington når det gjelder Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Jeg vil til representanten Foss likevel legge til at jeg mener nok å ha sett, også ved selvsyn, det i like stor grad sitter representanter ute i ambassadene og på utestasjonene i det enkelte samarbeidsland – eller mottakerland – som følger opp det multilaterale systemets arbeid. Totalt sett er det også betydelig flere enn våre folk i New York og Washington som ser til at prosjektene implementeres, og at dette gjøres på en skikkelig måte, og som følger godt opp både styresett og de enkelte prosjektene lokalt. La meg likevel legge til når vi først snakker om ambassadene ute, at det i høringen også kom fram at det at Norad for noen år siden ble lagt inn i utestasjonene – altså inn i ambassadene ute – kan ha ført til en svekkelse av bistandsfaglig kompetanse. Likevel er det jo ambassader med til dels stor bemanning, bl.a. i Mosambik, Tanzania og andre steder, som følger ikke bare de bilaterale prosjektene, men også den multilaterale bistanden, som kanaliseres gjennom UNDP, UNICEF osv. Det er vel også slik, og som jeg sa i mitt første innlegg, at det i den forrige debatten ble bemerket at det var partier i denne sal som faktisk ville svekke utenrikstjenesten betraktelig, og det hjelper i hvert fall ikke på bemanningssituasjonen verken i vår delegasjon i New York eller ute i mottakerlandene. Denne debatten har for så vidt ellers vist, som den forrige debatten gjorde, at Fremskrittspartiet har et helt annet syn på bistand og utvikling enn resten av Stortinget. Vi er alle sammen opptatt av resultatorientering, kontroll og korrupsjon når vi behandler Riksrevisjonens rapport. Det er jobben vår, det er viktig at vi følger den opp og det er viktig at vi gjør et skikkelig arbeid med den. Men det betyr jo ikke at vi er mot bistand. Tvert imot, et stort flertall i denne salen støtter norsk bistand og de bistands- og utviklingspolitiske prioriteringer som ligger til grunn. Det synes jeg er ganske vesentlig å få understreket. Når vi prøver å gjøre noe med korrupsjon i mottakerland, betyr ikke det at vi er mot de bistandsprosjektene som drives i de landene. Jeg vil vise til hva jeg sa om Så tror heller ikke jeg, som utenriksministeren, at FN-organisasjonene går på autopilot. Jeg synes det er en viktig dynamikk i det arbeidet som mange FN-organisasjoner gjør. Jeg har ved selvsyn sett prosjekter som har imponert meg veldig mye, bl.a. forebygging av hiv/aids i Mosambik, som flere med Norad og norsk bilateral bistand – var ansvarlig for. Til slutt: Utviklingspolitikk er mye mer enn bistand, men bistand gir resultater, og er viktig. Jeg vil vise til det jeg sa i mitt første innlegg om akkurat det. Jeg tar med meg de budskapene som er rettet til min kollega, og jeg skal bare dele at vi følger nøye med på det som blir sagt her i

Vi må også vokte oss for å vurdere FN-organisasjonene utelukkende som bistandskanaler. Jeg sier det fordi jeg har arbeidet i en av dem, som helt åpenbart ikke er en bistandskanal selv om de også driver med hjelp på landnivå. Verdens helseorganisasjon har avgjørende bidrag som norm- og standardutvikler. Mye av vårt bidrag går til den type arbeid hvor det gjelder å holde en høy integritet på de rådene de gir, om pandemier f.eks. Disse organisasjonenes utfordring er ofte å være relevante både for rike, utviklede land som Norge og for et fattig land i utvikling midt i Afrika, at begge ser seg tjent med det normative arbeidet de gjør. Selv om de fleste organisasjonene har et fattigdomsfokus fordi de vil bekjempe fattigdom, vet de at de kommer i en vanskelig situasjon om de mister troverdighet og forankring hos utviklede land. Derfor er det en balansegang. Så til spørsmålet om det er organisasjoner der Norge har foretatt kutt. Til representanten Foss vil jeg bare si, etter å ha konsultert papirene, at FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, er et eksempel på en organisasjon der Norge har kuttet betydelig i støtten på grunn av manglende reformvilje. Der ser vi nå reformvilje og vil følge det nøye. Men det er også slik at FAO, en organisasjon for landbruk og ernæring, er en viktig viktig organisasjon for Norge utover det organisasjonen gjør på landnivå. Denne balansen må vi finne. Dette er ikke på noen måte noen unnskyldning for dårlig drift av organisasjonene – heller ikke på hovedkvarternivå. Så vil jeg bare understreke det arbeidet jeg opplever er viktig i forholdet til FN. Norge er viktig i FN. Men min erfaring er at der hvor vi klarer å gjøre en forskjell i FN, er når vi går sammen med andre og blir en større stemme inn mot styrene. styrene. Vi har i Norge ofte et inntrykk av at fordi vi har høyest innbetaling per innbygger, er vi også like tunge der ute. Jeg vil påpeke at det samarbeidet vi har innledet med Canada, Storbritannia og Sverige – tre viktige utviklede land – for å styrke resultatarbeidet i FN-organisasjonene med særlig vekt på tungvektere som UNDP, UNICEF og UNEFPA er noe vi knytter mye håp til, fordi vi tror dette er en stemme

av forsvarssektorens regnskap er det avdekket feil og mangler knyttet til både materiellforvaltninga og etterlevelsen av anskaffelsesregelverket, jf. Dokument 1 for årene 2007, 2008 og 2009. Regnskapene for 2004 og 2005 ble ikke godkjent av Riksrevisjonen. Dagens Dokument 3:9 for 2010–2011 fra Riksrevisjonen undersøker om det ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger er iverksatt tilfredsstillende intern kontroll i forsvarssektoren for å forebygge og avdekke misligheter. Forsvaret har en intern organisering hvor sjefer på nivået under forsvarssjefen er gitt myndighet og ansvar som sjefer for driftsenheter i Forsvaret, såkalte DIF-er. Sjefer på dette nivået er bl.a. generalinspektørene og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, Underlagt disse sjefene er sjefer med budsjett- og resultatansvar, såkalte BRA-sjefer. Disse leder avdelinger på BRA-nivå. Sjøl om det formelle rammeverket er etablert, viser undersøkelsen imidlertid på flere områder mangelfull gjennomføring av dette i organisasjonen. Undersøkelsen har identifisert følgende svakheter ved

§ 14, skal alle virksomheter etablere systemer og rutiner for intern kontroll. Dette skal bidra til å hindre at feil, misligheter og økonomisk kriminalitet forekommer. En samlet komité sier seg fornøyd med at Forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen har etablert et tydelig rammeverk med det formål å forebygge og avdekke kritikkverdige forhold, og merker seg at Riksrevisjonen ikke framfører kritikk av dette. Det gjenstår imidlertid mye på at dette rammeverket blir anvendt i organisasjonen. Komiteen har merket seg at rapporten avdekker svakheter på følgende områder: risikostyring, intern kontroll lokalt ved avdelinger i Forsvaret, intern kontroll og brudd på regelverk og rutiner innen anskaffelser og materiellforvaltning og i arbeidet med holdninger, etikk og ledelse. Forsvarsdepartementet svarer i sitt brev datert 6. mai 2011 at de er kjent med disse utfordringene, og at de jobber langsiktig med å bøte på mangler og svakheter. Det er rimelig at full effekt av tiltakene vil ta noe tid – noe tid – men en samlet komité påpeker at svakhetene umulig kan være av ny dato for forsvarsledelsen. Rapporten viser at tilstanden i Forsvaret må forbedres kraftig. Komiteen oppfatter at situasjonen er alvorlig, at det er en reell fare for mislighold, og at dette ikke vil bli fanget opp gjennom dagens praktisering av den interne kontrollen. Komiteen deler Riksrevisjonens syn på behovet for at Forsvarets ledelse – på alle nivåer – viser nødvendig lederansvar og påser at rammeverket blir implementert i sin fulle bredde. I tillegg til lederoppfølging påpeker komiteen, i tråd med Riksrevisjonens anbefaling, at det er nødvendig å styrke den merkantile kompetanse og materiellforvaltningskompetanse på alle berørte nivå. Komiteen viser til at rapporten avdekker svakheter ved risiko og intern kontroll og legger til grunn at forsvarsministeren gjennomgår disse rutinene med Forsvarets ledelse. Komiteen har konkret særlig rettet oppmerksomhet mot at det kostbare IT-forvaltningssystemet SAP i så liten grad blir brukt i anskaffelsesprosessene. Hele 72 pst. av alle anskaffelser følger ikke hovedprosessen i SAP. Et godt og dyrt verktøy som SAP, som i stor grad hindrer mislighold og feil, må brukes. Komiteen trekker særlig fram at virksomhetsplanen for 2010 satte som mål at hovedprosessen med SAP skulle følges i 55 pst. av alle innkjøp innen utgangen av 2010. Hovedprosessen ble for hele 2010 likevel bare fulgt i 28 pst. av anskaffelsene, og for månedene november og desember i 2010 i henholdsvis 35 pst. og 23 pst. av anskaffelsene. Forsvaret ligger dermed vesentlig under sine egne måltall. Også beløpsmessig er avviket fra hovedprosessen omfattende: Det utgjør i sum ca. 10 mrd. kr – jeg gjentar 10 mrd. kr. Avviket fra hovedprosessen gjelder først og fremst for driftsanskaffelser, der anskaffelsene hvor hovedprosessen ikke ble fulgt, utgjorde vel 9 mrd. kr – en formidabel sum. Komiteen forutsetter at forvaltningssystemet SAP følges de neste tre årene, da oppfølgingsrapporten fra Riksrevisjonen vil foreligge for ny stortingsbehandling. Det er fra Riksrevisjonen påvist mangler i Forsvarets materialforvaltning i flere år – jf. Dokument 1 for årene 2007, 2008 og 2009. Komiteen forutsetter nå at materiellregnskapet kommer i orden per 1. januar 2012, altså om litt over ett år. Tida er mer enn knapp, ut fra Stortingets enstemmige komité. Det er en samlet komité som ber om at vi på en hensiktsmessig måte blir orientert om oppfølgingen av dette punktet. Som saksordfører er jeg tilfreds med at komiteens innstilling er enstemmig på alle punkt. Det er

igjennom årene har tatt opp økonomistyring og internkontroll i Forsvaret, og som har blitt behandlet i denne salen. Jeg vil også vise til representanten Svein Roald Hansen, som i en tidligere debatt i dag understreket at fra 2001 til 2005 sørget Riksrevisjonen for et helt bibliotek fullt av rapporter om Forsvaret og manglende økonomistyring i Forsvaret. Men det har også kommet rapporter etter 2005. Den mest graverende saken som vi har behandlet, tror jeg var den såkalte Noble-saken, og den oppdaget ikke engang Riksrevisjonen. Det var faktisk Dagens Næringsliv som gravde opp den. Det var der vi opplevde at tidligere styreleder i Noble, og for øvrig tidligere både generalinspektør for Luftforsvaret og sjef for uttalte til Dagens Næringsliv at du verden, var det så mange penger involvert! Da var det slik at det var flere hundre millioner fra forsvarsbudsjettet som hadde gått til å utvikle en sivil radar, penger som skulle gått til en militær radar. Denne sivile radaren gjør nok vedkommende tidligere jagerflyger velstående, for den har kommet godt inn på det amerikanske markedet, men er altså utviklet av forsvarsmidler. Kontroll- og konstitusjonskomiteen reiste den gangen sak, og vi hadde da en lengre debatt her i Stortinget. Det er altså i dag en enstemmig innstilling fra komiteen. En enstemmig komité viser til at tilstanden i Forsvaret må forbedres kraftig, ja komiteen oppfatter faktisk situasjonen slik at det er en reell fare for mislighold, og at dette ikke vil bli fanget opp gjennom dagens praktisering av den interne kontrollen. Videre må Forsvarets ledelse på alle nivåer vise det nødvendige lederansvar og påse at rammeverket blir implementert i sin fulle bredde, for det finnes et rammeverk, og det rammeverket skal også politisk ledelse i Forsvarsdepartementet ha ros for. Det innebærer og betyr at dagens politiske ledelse i Forsvarsdepartementet også har forstått at det har vært problemer i Forsvaret, og at man har ryddet veldig mye opp i det som var av økonomiske problemer og i forvaltningen av økonomien. Nå er det altså ikke slik at det er første gangen slike merknader skrives i en innstilling fra Stortinget. Jeg vil gi det råd til embetsverket – det er sikkert noen derfra i losjen – at det kan være greit av og til å lese innstillinger fra Stortinget om det som skrives om Forsvaret, og ikke bare forholde seg til dokumenter som kommer fra Forsvarsdepartementet selv. Vi snakker i denne sammenhengen om svakheter på områder som risikostyring, internkontroll og brudd på regelverk og rutiner. Bare noen svært korte kommentarer i saken. Forsvaret er

det dessverre mye på at dette rammeverket blir anvendt i organisasjonen. Rapporten fra Riksrevisjonen avdekker svakheter innen risikostyring og internkontroll samt brudd på regelverk og rutiner innen anskaffelser og materiellforvaltning. I likhet med saksordføreren er jeg tilfreds med at samtlige merknader i innstillingen er enstemmige, og at de understreker at tilstanden i Forsvaret må forbedres kraftig. Komiteen påpeker også det alvorlige faktum at det er en reell fare for mislighold, og at dette ikke vil bli fanget opp gjennom dagens praktisering av den interne kontrollen. Dette er svært alvorlig, og her må forsvarsministeren umiddelbart ta de grep som er nødvendige for at regelverket ikke bare skal være et sovende regelverk som ligger i en skuff, men et regelverk som alle deler av organisasjonen både skal være kjent med og skal følge til punkt og prikke. I den nylig mottatte rapporten om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010, Dokument 1 for 2010–2011, som vi skal komme tilbake til senere, hevdes det også at Forsvaret fortsatt ikke har etablert et komplett sentralt materialregnskap, og at det fortsatt er store Jeg håper den relativt ferske forsvarsministeren ser at disse forholdene ikke er holdbare og ikke kan fortsette, og jeg ser fram til å høre hva han konkret vil foreta seg for umiddelbart å bringe disse forholdene i orden. Det er

Så kontroll og kontrollrutiner er i så måte viktig også for oss forsvarsvenner. Det er riktig at Forsvaret opp gjennom tidene har blitt utsatt for ganske sterk kritikk fra Riksrevisjonen. Det har alltid blitt tatt på alvor. Det har blitt bedre, og det var godt rom for forbedringsprosessen. Men fortsatt gjenstår veldig mye når det gjelder anskaffelsesprosesser. Det er synd,

Vi står nå overfor behandlingen av det store kampflyprosjektet. Jeg vil gjerne understreke overfor den nye forsvarsministeren, som har god bakgrunn i departementet, at det er behov for åpenhet om kampflyprosjektet for å sikre motvekt mot den desinformasjon, til dels, Vi opplevde under anskaffelsesprosessen at de som ville påvirke, drev desinformasjon – det var helt naturlig, og de hadde sine allierte både her og der. Men nå har vi en annen prosess, hvor det fortsatt spres mange forvirrende tall. Så det å være åpen og ha korrekt og oppdatert informasjon overfor offentligheten er viktig. Det gjelder selvfølgelig Stortinget. Jeg reagerer når en kontreadmiral, i følge med en statssekretær, i møte med en canadisk parlamentskomité gir tall og understreker at dette ikke er offentlig tilgjengelige tall; tallene er altså ikke gitt til Stortinget. Å opplyse det overfor en annen parlamentskomité i et annet land sier noe om at det er noen læreprosesser som gjenstår punkt 1) hvor man er hen, og at det blir ført offentlige referater, og punkt 2) at informasjonen skal komme til Stortinget først. Nå uttaler jeg meg såpass mildt og åpent, fordi jeg vet at statsråden har fått et brev som han har lovet å besvare, fra fagkomiteen i Stortinget, men for fremtiden vil jeg gjerne understreke behovet for nettopp åpenhet om

med jobben. Han har jo ein erfaringsbakgrunn som gjer at det er gode moglegheiter for å håpa på at det blir eit godt resultat her. Eg hugsar til og med debattane tilbake på 1990-talet, med Barth Eide som kunnskapsrik og viktig strateg. Det blir spennande. Men det blir jaggu meg utfordrande òg. For

det skal eg ha – men eg har no vore her i 14 ½ år. Eg veit ikkje kor mange dusin forsvarsministrar som har kome opp hit, på talarstolen, og fortalt at no er det slutt, no skal det ryddast opp, no er økonomien på plass, og no skal det bli orden i sakene. Sånn har det aldri blitt, og det er problemet. Som statsråden og sikkert andre hugsar, hadde me fleire episodar. Me hadde bl.a. ein episode der bygde kystfort til nokre milliardar kroner, som alle visste at me ikkje skulle bruka. Me skulle leggja dei ned etterpå, men me bygde dei ferdig, for det var planen. Så hadde me ei sak der me skulle fiksa litt på F-16-flya våre, der ein ikkje visste om prislister osv. Det var ikkje noko anbod, det blei berre føreteke ein nærmast under-bordet-handel på 2,4 mrd. kr. Så hadde me eit rekneskapssystem som heitte Golf. Det kosta 1 mrd. kr, og det blei

Så mi erfaring etter 14 ½ år på Stortinget er den same som Riksrevisjonens, som påpeikar at her må det ryddast opp. Forsvarsministrane kjem opp på talarstolen og seier at no skal dette skje, no har me instrumenta, og no har me den spaden me skal bruka. Men så viser Riksrevisjonen gong etter gong til at spaden ikkje er brukt. Der er det ei utfordring til statsråden; å få tatt spaden i bruk,

regjeringa har gått inn for, med statsråd Barth Eide i statsråd Barth Eide i spissen. Det har vært sagt veldig mye klokt her i dag, og jeg vil støtte opp om konklusjonene og ta til meg de råd som er gitt fra samtlige som har hatt innlegg. Som jeg allerede sa i den tidligere runden om forsvarsbudsjettet, er jeg på ingen måte tilfreds med de manglene Riksrevisjonen har påvist i denne undersøkelsen. Kravene vi stiller i forsvarssektoren, er høye også på dette området, altså intern kontroll. Som bl.a. representanten Foss sa, forvalter forsvarssektoren svært mange penger. De må brukes godt. Det er et særlig ansvar for at penger på dette feltet – som er statens skarpeste maktmiddel, men der store summer blir besluttet av relativt få mennesker der store summer blir besluttet av relativt få mennesker – er under god kontroll. Jeg tar det som er påpekt her, på det aller største alvor. Når dette er sagt, er jeg også glad for at undersøkelsen viser at Forsvarsdepartementet og Forsvaret har lyktes i å etablere et tydelig formelt rammeverk for å sikre tilstrekkelig internkontroll og forebygging av misligheter. Jeg registrerer med glede at komiteen også deler dette synet. Jeg er også glad for at Riksrevisjonen konkluderer med at både Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben har en tett og aktiv styring og oppfølging for å sikre forsvarlig forvaltning av ressursene i virksomheten. Det er altså innført et system for internkontroll, internrevisjon og sikrere risikostyring i hele forsvarssektoren. Det er viktig at det gjennom de senere år er gjort betydelige forbedringer i Forsvarets forvaltningsprosedyrer. Eksempler på dette ser vi innenfor økonomi, regnskap og lønnsprosessene. Dette har også Riksrevisjonen flere ganger sagt seg enig i. Til bl.a. representantene Langeland og

der det ikke var sikkert at riktig menneske fikk riktig lønn, men helt feil menneske fikk feil lønn eller noen andres lønn. Man hadde store utfordringer, til og med relativt nylig, med fakturaflyt – altså Forsvarets evne til å betale for egne kjøp. På disse områdene har det vært betydelige forbedringer, som Riksrevisjonen sier. Samtidig erkjenner vi, som komiteen også påpeker, at Forsvaret fortsatt har betydelige utfordringer gjennomføringen av intern kontroll i praksis, spesielt på lokalt nivå. Dette er forhold som også departementets og Forsvarets egne revisjonsressurser har avdekket, og en rekke tiltak er allerede iverksatt. Jeg anser at Forsvarets materiellforvaltning og driftsanskaffelser er gjenstående hovedutfordringer innenfor forsvarlig forvaltning og intern kontroll, og kommer til å legge stor vekt på arbeidet med dette. Jeg er ikke tilfreds med at et sentralt og fullstendig materiellregnskap i Forsvarets Felles integrert forvaltningssystem ikke er ferdigstilt. Det har vist seg at dette er et krevende og meget omfattende arbeid. For å sikre tett oppfølging er dette viet stor oppmerksomhet i styringsdialogen med Forsvaret. Jeg er opptatt av at anskaffelsesregelverket skal følges. Etterlevelse av dette regelverket er avgjørende for å forebygge øker mangelfull etterlevelse av regelverket muligheten for misligheter. Dette er alvorlig. Samtidig vil jeg understreke at Riksrevisjonens gjennomgang ikke har avdekket tilfeller av misligheter. Forsvaret har lagt ned et betydelig arbeid i 2010 og 2011 for å styrke Forsvarets interne kontroll. Forsvarssjefens fokus på forsvarlig forvaltning og intern kontroll har vært, og er, vesentlig for å sikre prioritet og ledelsesforankring for dette viktige arbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Det er et lederansvar å sikre god intern kontroll på alle nivåer. Vi ser nå resultater av en aktiv ledelsesinvolvering ved avdelinger i Forsvaret, eksempelvis når det gjelder rett bruk av anskaffelsesprosessen i Forsvarets Felles integrert forvaltningssystem. Ledelsesinvolvering, holdninger og kompetanse er avgjørende faktorer for å lykkes. Jeg har tillit til at forsvarssjefens oppfølging av funnene til Riksrevisjonen vil gi resultater, men vil også følge dette nøye fra mitt hold. Jeg tar Riksrevisjonens rapport og komiteens merknader på største alvor og vil med fornyet kraft følge opp med målrettede tiltak for å sikre snarlig forbedring av Forsvarets interne kontroll, slik at Forsvaret også på dette felt etter hvert kan få bedre resultater i Riksrevisjonens gjennomganger. Det er et ansvar jeg har, og jeg er helt enig i det som er blitt sagt. Så har jeg lyst til å si spesielt om representanten Foss' poeng om kampflyanskaffelse at det er jeg grunnleggende enig i. Det er prinsipielt slik at jeg som forsvarsminister skal legge fram all den informasjonen vi har, på et riktig tidspunkt, slik at Stortinget vet hva man forholder seg til, og hva man beslutter. Men jeg er også enig i den påpekningen at her sies det mye rart, og ikke alt av det er alltid tilfeldig. Desto viktigere er det at vi har en dialog hvor det som er riktig, kommer tydelig fram, slik at det som ikke er like riktig, ikke får så stor oppmerksomhet som det noen ganger lykkes med å få. Det er en meget stor anskaffelse, og det påhviler både regjering og storting et særlig stort ansvar for at dette forvaltes på riktig måte. Men det gjelder også selvsagt den løpende driften av Forsvaret. Det blir replikkordskifte.

Og det andre er: «Komiteen forutsetter nå at materiellregnskapet kommer i orden per 1. januar 2012.» Det er enstemmige forutsetninger, og jeg vil gjerne bare ha forsvarsministerens forsikring om at det vil bli gjennomført, i tråd med komiteens ønske. Det vil vi gjøre etter aller beste evne. Vi vil ha meget stort fokus på begge de konkrete punktene. Replikkordskiftet er dermed omme. Jeg vil takke for statsrådens holdning – en ydmyk og

Så regner jeg med at det var en forsnakkelse da statsråden sa at i 2004 var ikke budsjettet godkjent. Det var sjølsagt regnskapet som ikke var godkjent av Riksrevisjonen. Budsjett blir bestandig godkjent – av oss. Bare en kort merknad: Komiteen forutsetter at materiellregnskapet kommer i orden per 1. januar 2012, sa saksordføreren, og jeg sa at det er ikke mer enn ett år og noen dager til. Det er også feil; 1. januar 2012 er det bare noen få dager til. Jeg regner da med at forsvarsministeren går raskt fram og gir de nødvendige og klare beskjeder om vareopptelling til materiellregnskapet, slik at Forsvarets avdelinger får det på plass, hvis ikke det allerede er gjort. Jeg takker for en klar tale i

mediedebatt ble det også satt fokus på Politiets overvåkingstjeneste og metodebruken under etterforskningen av saken. Det er grunn til å presisere at EOS-utvalgets undersøkelser har vært begrenset til nettopp å gjelde metodebruken til POT under etterforskningen av Treholt. Verken EOS-utvalget eller komiteen har gått inn i de andre delene av saken. I korte trekk betyr det at konklusjonene som kontroll- og konstitusjonskomiteen støtter opp om, ikke vil ha noen form for betydning for dommen mot Treholt eller noen sider av Treholt-saken for øvrig. Rettsstatens utgangspunkt er at staten er bundet og begrenset av rettsregler. En rettsstats grunnleggende premiss er legalitetsprinsippet. Det sier at den utøvende makt aldri kan gripe inn overfor eller dømme landets borgere uten å ha hjemmel til dette i gjeldende I noen tilfeller kan det tenkes at legalitetsprinsippet fravikes i nødrettstilfeller, men det oppstilles strenge vilkår for at slike betraktninger skal hjemle slike inngrep overfor borgerne. Jeg synes det er viktig å understreke dette innledningsvis, fordi metodebruken rettet mot Treholt var av svært inngripende karakter: Det ble gjennomført telefonavlytting, hemmelige husransakelser, hvor bl.a. Treholts nøkkel ble kopiert, romavlytting og videoovervåking. I tillegg er det naturligvis også brukt spaning og andre mer ordinære politimetoder, som det ikke er grunnlag for å gå nærmere inn på. Det fremstår som klart at det etter at EOS-utvalget har gjennomført sine undersøkelser, har vært vanskelig å finne dokumentasjon på den overvåkingen som ble brukt under etterforskningen av Treholt. Verken lydopptak mens andre deler av etterforskningen er underlagt stor grad av notoritet, f.eks. forhold knyttet til telefonavlytting. Komiteen mener det fremstår som noe spesielt at så store deler av etterforskningsmaterialet synes å være forsvunnet eller makulert. EOS-utvalget har innhentet en juridisk betenkning fra professor Husabø knyttet til hjemmelsgrunnlaget for de ulike typene av metoder som ble brukt under etterforskningen av Treholt. Betenkningen er vedlagt EOS-utvalgets melding til Stortinget, og jeg vil derfor ikke gå dypt inn i den i dette innlegget. Men jeg finner likevel grunn til å peke på at romavlytting var straffbart på dette tidspunktet. Det fantes imidlertid ikke tilsvarende lovforbud mot videoovervåking, men det er vanskelig å se at man kunne vurdere videoovervåking som mindre inngripende enn romavlytting. Derfor deler komiteen Husabøs konklusjon om at det er klart at denne formen for overvåking trenger hjemmel i henhold til legalitetsprinsippet. Komiteen er også enig med Husabø – og dermed også med EOS-utvalget – i at en heller ikke ved bruk av nødrettsbetraktninger kan hjemle denne konkrete overvåkingen. Komiteen har merket seg at det under etterforskningen var tett kontakt mellom POT og Justisdepartementet. Departementet var kjent med at det ble kjøpt en egen leilighet til det formål å overvåke Treholt, og det ble brukt teknisk utstyr under overvåkingen. Ingen deler av dokumentasjonen viser at det har vært noen diskusjon knyttet til metodebruken i kontakten mellom POT og Justisdepartementet. Det fremstår som overraskende at hjemmelsgrunnlaget for utradisjonelle etterforskningsskritt av denne typen ikke ser ut til å ha blitt diskutert. Det er på det rene at metodebruken ikke bare rammet Treholt, men i like stor grad hans kone og barn. Bruken av slike metoder er i dag regulert på en helt annen måte enn midt på 1980-tallet, og det er også gjort svært store endringer i kontrollen med de såkalte EOS-tjenestene. Etter Stortingets behandling av Lund-kommisjonens rapport, som avdekket omfattende illegitim overvåking av norske borgere, ble det gjennomført endringer i lovverket og i kontrollsystemene. Lovgiver har fylt lovtomme rom og tiltatt seg en viktig kontrolloppgave gjennom EOS-utvalget. Jeg vil til slutt peke på at komiteen er tilfreds med at EOS-utvalget gjennomførte undersøkelsen av denne delen av Treholt-saken, og at komiteen presiserer det jeg tidligere gjorde klart, nemlig at de funn som er gjort, ikke vil ha noen innvirkning på den strafferettslige delen av saken for øvrig eller på dommen mot Treholt. Det er nok mange som opp gjennom tiden skulle ønske at Treholt-saken fikk sin endelige avslutning. Jeg tror at vi med og EOS-utvalgets undersøkelse, som ender med denne stortingsbehandlingen, ser gode bidrag til at endelig punktum kan settes. Jeg vil først si at jeg synes det er veldig bra at Stortinget i dag skal behandle en enstemmig innstilling i denne saken. Det er ingen uenighet mellom noen av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen om sakens forskjellige realiteter, slik som saksordføreren nå har redegjort for. Jeg vil imidlertid også si veldig tydelig at jeg synes det er veldig bra at EOS-utvalget har gjort denne jobben. Det sa også saksordføreren. Jeg understreker det. Det viser at EOS-utvalget er et viktig organ, som fungerer selvstendig, og som kan gå inn i de saker som det er relevant at Stortinget skal få rapporter om. Jeg sier dette også på bakgrunn av at dette er en sak som ligger ganske langt tilbake i tid, i og for seg, men som altså har sine prinsipielle sider, og som det er nødvendig å gå inn i. Jeg skal før jeg går videre, si noe som ikke står spesielt i innstillingen, men som jeg for min del vil uttrykke her fra denne talerstolen, og det er at det er forunderlig, i alle fall sett i ettertid, at Lund-kommisjonen ikke tok dette opp i sin rapport til Stortinget, når den i ettertid attpåtil har sagt at de hadde kunnskap som nå er kommet frem. Det synes jeg er forunderlig, og jeg synes det er nødvendig at det blir markert herfra, sett i historiens lys. Jeg synes ikke det var tilfredsstillende at Lund-kommisjonen ikke fortalte offentligheten og Stortinget om dette – slik de arbeidet – den gangen. Som det er blitt sagt, så var det jo undersøkelsene som har avdekket at Treholts leilighet var underlagt både telefonkontroll, romavlytting, kameraovervåking og hemmelige ransakelser, hvor også – som saksordføreren sa – husnøkkelen ble kopiert. sagt, så var det jo undersøkelsene som har avdekket at Treholts leilighet var underlagt både telefonkontroll, romavlytting, kameraovervåking og hemmelige ransakelser, hvor også – som saksordføreren sa – husnøkkelen ble kopiert. Også jeg vil si, selv om saksordføreren nå sa det på vegne av oss alle, at jeg synes det er veldig rart at dokumentasjon knyttet til alt dette ikke er å finne. Det er en svart flekk – eller en hvit flekk, alt ettersom hva man vil kalle det arbeid den gangen. Og man stiller spørsmålet: Hvorfor i all verden er ikke dette dokumentert, når så mye annet er dokumentert? Saksordføreren sa dette på en god måte, men jeg vil også fra mitt ståsted understreke dette veldig tydelig. Det neste jeg også vil si, er at det er

Det kan ikke karakteriseres på noen annen måte. Jeg hører i den offentlige samtalen utenfor denne sal at noen sier: Jo, men det var jo nødvendig for å greie å gjennomføre etterforskningen. Om det er det å si – og det er det jeg mener er det absolutt viktigste i hele denne saken vi en ordentlig markering. Vi slutter oss til EOS-utvalgets vurdering, at det var ulovlig. Det er på en måte det aller viktigste med denne rapporten, med den behandlingen, og med behandlingen vi har her nå. Vi uttrykker tydelig at selv om det er lang tid tilbake, mener Stortinget at dette var ulovlig, og at det dermed rett og slett heller ikke burde vært gjort, for ulovlige metoder fra politiets side kan ikke Stortinget akseptere. Det er helt nødvendig å gjøre denne markeringen så tydelig som det er gjort i denne innstillingen. Så er det i ettertid kommet nye lover, som det også ble sagt fra saksordførerens side. Det er selvfølgelig bra og riktig, og jeg har ingen grunn til å tro at den nåværende tjenesten opererer ulovlig. Men det ble gjort den gangen,

Komiteen er enig med utvalget i at det i denne saken har vært viktig å søke å finne fram til de faktiske forhold på bakgrunn av de påstander og den kritikk som har framkommet. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge metodebruken til POT forut for pågripelsen av Treholt i januar 1984. Undersøkelsen har avdekket at Treholts leilighet var underlagt bl.a. romavlytting. Komiteen sier at det framstår som noe spesielt at en så stor del av etterforskningsmaterialet i en så stor og betent sak er forsvunnet eller makulert. Det kan ikke tyde på noe annet enn at dette tydeligvis var Komiteen har merket seg at underveis i etterforskningen var det nær kontakt mellom Justisdepartementet og POT om etterforskningen av Treholt, og vi registrerer at EOS-utvalget ikke finner dokumentasjon på om justisministrene var kjent med aktivitetenes innhold. Komiteen er sjølsagt enig med EOS-utvalget i at det ikke forelå hjemmel for romavlytting i den perioden etterforskningen av Treholt pågikk. Det var straffbart å foreta romavlytting i å foreta romavlytting i henhold til straffeloven § 145a. Jeg er derfor, som foregående taler, veldig glad for at det her sies klart at det er vår vurdering at POT handlet ulovlig. Spesielt vil jeg gi ros til Arbeiderpartiets tidligere partisekretær, representanten Martin Kolberg, som presiserte og utdypet så sterkt – og det var hans hovedpoeng – at dette var ulovlig. Jeg må også føye til for egen regning at sånn som det framgår av innstillinga, er det liten grunn til å tro at ikke politisk ledelse i Justisdepartementet var involvert i den ulovlige virksomheten, slik som vi kulturen, ut fra hva som her er beskrevet. Det er betryggende og sterkt at en samlet komité, med justisdepartementspartiene – for å si det på den måten – Arbeiderpartiet og Høyre, sier dette så klart. Som senterpartirepresentant i tidligere statsminister Per Bortens ånd er dette veldig gledelig, og det viser at demokratisk framgang er oppnådd.

framkommet i media. Undersøkelser har avdekket at Treholts leilighet var underlagt overvåking på mer enn én måte – telefonavlytting, videoovervåking, ransakinger og romavlytting var metoder som ble brukt. Det er spesielt romavlyttingen EOS-utvalget er klar på at det ikke forelå hjemmel for. I henhold til straffeloven § 145a var slik romavlytting straffbart. Men EOS-utvalget mener allikevel at videoovervåkningen krevde en hjemmel etter legalitetsprinsippet, og videoovervåkning i private rom er kanskje enda mer inngripende enn romavlytting. Vi må huske på at dette også gikk ut over en uskyldig tredjepart, nemlig Treholts familie – kone og barn. EOS-utvalgets vurderinger av nødrett, der de forholder seg til professor Husabøs nødrettsbetraktninger, viser også at kravene til nødrett kan sies å være oppfylt for tre av fire vilkår, men at kravet til profesjonalitet ikke er oppfylt. EOS-utvalget og professor Husabø konkluderer med at POT handlet ulovlig. ulovlig. Jeg er også veldig glad for at Martin Kolberg i sitt innlegg legger så mye vekt på akkurat dette, og at dette selvsagt også er komiteens syn. Metodebruken var en stor inngripen med tanke på privatlivets fred, ikke minst når det gjelder – som sagt – den uskyldige tredjepart. Selv om dagens PST er underlagt et helt annet juridisk rammeverk enn det POT var for 30 år siden, er det stor grunn også i dag til å minne hverandre om hvor viktig det er å vekte privatlivets fred, personvern, opp mot samfunnets behov for å beskytte seg bl.a. mot slike kriminelle handlinger som Treholt gjorde seg skyldig i. Når det er sagt, er det betryggende å vite at når det gjelder PST, gjennomgår utvalget regelmessig all metodebruk, både i forebyggende saker og i etterforskningssaker. Det viser at den demokratiske kontrollen med EOS-tjenestene har en helt annen dimensjon enn for 30 år siden. Kristelig Folkeparti er fornøyd med og positiv til at EOS-utvalget på eget initiativ har foretatt denne undersøkelsen og sendt konklusjonen som en særskilt melding til Stortinget. I likhet med alle de andre partiene i komiteen vil også vi oppmuntre EOS-utvalget til å velge en lignende framgangsmåte dersom man finner systematiske utfordringer eller alvorlige enkelthendelser som

Men me hadde altså nyleg ambassadesaka, som ikkje var særleg god reklame for PST. Eg seier det same som alle talarar no har vore inne på, og som Kolberg òg var inne på, at dette var ei ulovleg handling. Eg oppfordrar den nye justisministeren til å følgja opp PST på ein god måte, sånn at me får eit overvakingspoliti i samsvar med dei lover og retningslinjer som me har i Noreg, samtidig som me frå Stortingets side må sørgja for at EOS-utvalet får dei ressursane som dei treng for å følgja opp det. Flere har ikke bedt om ordet til sak

for å sikre at etaten skulle være en relevant forsterkningsressurs ved større og komplekse hendelser. Stortinget sluttet seg i hovedsak til regjeringens planer. I meldingen ble det lagt opp til å gjennomføre flere tiltak for å effektivisere og optimalisere driftsorganisasjonen til Sivilforsvaret. Det ble i tillegg gitt melding til Stortinget om investeringsbehovet i Sivilforsvaret, som tilsvarte 162 mill. 2007-kroner over to år. DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – er faglig overordnet og ansvarlig for Sivilforsvaret. I deres årsrapport for 2010 fremgår følgende: «Dersom det ikke blir tildelt ekstra budsjettmidler, vil det være nødvendig å gjøre noe med distriktsstrukturen og bemanningen i Sivilforsvaret. Dette vil medføre at den innretning og det konsept for Sivilforsvaret som er presentert for Stortinget gjennom St.meld. 22, ikke kan realiseres.» Det hører til sjeldenhetene at en offentlig etat uttaler så klart at de ikke er i stand til å oppfylle Stortingets forutsetninger. På bakgrunn av dette og en rekke medieoppslag hvor ulike sivilforsvarsdistrikt presenterte gammelt utstyr og utslitt utstyr og viste til at de ikke var i stand til å ta vare på de oppgavene de har som støttefunksjon for nødetatene, startet kontroll- og konstitusjonskomiteen sine innledende undersøkelser. Det endte med at komiteen åpnet sak og avholdt åpen kontrollhøring, hvor fire distriktssjefer, DSB-direktøren og justisministeren møtte. Komiteen fikk også skriftlige innspill til behandlingen fra Politidirektoratet og to fagforeninger. Virkelighetsbeskrivelsen fra distriktssjefene var ganske dramatisk og bygget på en god måte opp under DSBs årsrapport. DSB-direktør Jon Lea bekreftet under høringen at forutsetningen i St.meld. nr. 22 ikke kan oppfylles dersom det ikke tilføres ytterligere midler i tråd med det meldingen slo fast. Flertallet i komiteen mener at den faktiske situasjonen i Sivilforsvaret viser at det Stortinget la til grunn det støttet opp om de endringene regjeringen ville foreta for å styrke Sivilforsvarets mulighet til å være en statlig forsterkningsressurs ved langvarige og komplekse hendelser, så langt ikke er oppfylt. I høst fremmet regjeringen forslag om en ekstratildeling til Sivilforsvaret på 30 mill. kr. Pengene skal gå til investering i bekledning til tjenestepliktige og annet personell. Komiteen er samlet enig om at det er et skritt i riktig retning, men at det fortsatt mangler før Stortingets forutsetninger er oppfylt på investeringssiden. Komiteen legger til grunn at regjeringen redegjør for situasjonen i Sivilforsvaret, herunder forventet investeringsfremdrift, i revidert nasjonalbudsjett. Jeg ber statsråden merke seg dette. I høringen fremkom det tydelig at justisministeren hadde en litt annen oppfatning av situasjonen i Sivilforsvaret enn distriktssjefene, fagforeningene og Han avviste bl.a. påstanden fra STAFO, som i sitt brev til komiteen skriver: «Regjeringens manglende oppfølging av St.meld 22 gjør derimot at Sivilforsvaret risikerer å dø på rot.» Det er en utfordring at en ansvarlig statsråd klart har en annen oppfatning og virkelighetsforståelse enn det ansvarlig fagmyndighet, distriktssjefer og ansatte har. Dette er en utfordring som må tas på alvor, særlig sett i lys av de påstander som ble fremsatt om at bekymringsmeldinger fra etaten påstås å ha blitt tatt lite alvorlig fra departementets side. Komiteen understreker viktigheten av å følge opp de meldingene som er kommet fra de ansattes organisasjoner i styringsdialogen mellom departementet, direktoratet og Sivilforsvaret. Dette understrekes av komiteen, fordi det i brevet fra NTL står at de oppfatter det som om regjeringen har «skjøvet bekymringsmeldingene under teppet,

Selv om komiteen står bak store deler av innstillingen samlet, og forventningene til den videre oppfølgingen, er flertallet, som i vår komité består av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, tydeligere i kritikken av at deler av Innst. S. nr. 85 for 2008–2009, som er innstillingen til St.meld. nr. 22 for 2007–2008, ikke er fulgt opp. Særlig gjelder det den manglende oppfølgingen av det skisserte investeringsbehovet i etaten og manglende oppfølging av svært alvorlige bekymringsmeldinger fra deler av etaten, og også fra direktoratet. Det betyr også at komiteens flertall kritiserer statsråden for at han ikke informerte Stortinget særskilt om at Stortingets forutsetninger ikke var fulgt opp, og for at sammenhengen mellom Stortingets forutsetninger og den faktiske situasjonen ikke ble nærmere informert om. Dette er en kritikk som regjeringspartiene ikke deler. Til slutt vil jeg si at kontroll- og konstitusjonskomiteen ved sin behandling har bidratt til å øke fokuset på Sivilforsvaret som en svært viktig del av vår totale beredskap. Jeg har merket meg at regjeringen foreslo 30 mill. kr til investeringer i Sivilforsvarets bekledning etter at komiteen åpnet sak. Det var bra, og jeg tillater meg med et lite glimt i øyet å hevde at komiteens arbeid med saken bidro til at de 30 mill. kr kom på bordet. Det gjenstår imidlertid mye arbeid, og det gjenstår mye finansiering. Det er viktig at disse forholdene kommer på plass, også fordi Sivilforsvaret består av mennesker som i stor grad strekker seg veldig langt for å gjennomføre sine oppdrag til samfunnets beste. Det er en innsats som må belønnes, ved å vise at storsamfunnet setter pris på dem og legger forholdene til rette for at Sivilforsvaret kan gjøre sin jobb i alvorlige krisesituasjoner. Jeg håper at denne saken og fremtidig oppfølging av komiteens merknader vil bidra til at det fokuset er vedvarende, og at vi som landets fremste folkevalgte forsamling viser at vi tar beredskap på alvor. Det er en billig forsikring. Som representanten Anundsen tydelig ga uttrykk for, er det noe enighet, men også noe tydelig uenighet mellom opposisjon og

jeg for min del vil veldig tydelig understreke at jeg både vet og mener å ha fått dokumentert gjennom det arbeidet vi gjorde i komiteen, at regjeringen absolutt har vært opptatt av at vi skal ha et godt og effektivt sivilforsvar. Den la derfor også fram en egen melding, som

komplekse hendelser», som det heter. I denne meldingen, som det framgår, tok altså regjeringen til orde for å samle skoleringsvirksomheten i Sivilforsvaret samt å redusere den operative styrken fra 10 000 til 8 000 tjenestepliktige, i tillegg til en rekke andre omstillingstiltak. Hensikten med dette var å frigi ressursene til andre formål, bl.a. økt øvingsaktivitet, for å få et forsvarlig nivå på løpende investeringer i nødvendig nytt utstyr. Stortinget sluttet seg da også i all hovedsak til regjeringens omstillingsforslag, og regjeringen har siden fulgt opp dette arbeidet. Dette har da også gitt betydelige resultater. resultater. Det er derfor en samlet kontrollkomité sier at selv om Sivilforsvaret fortsatt har utfordringer knyttet til utstyr og øvingsaktiviteter, er en rekke viktige tiltak for å styrke og videreutvikle Sivilforsvaret fulgt opp av regjeringen etter Stortingets vedtak gjennom de senere årene. Dette har skjedd gjennom lovmessig forankring i sivilbeskyttelsesloven, og det har skjedd ved å sette i gang de varslede omstillingene når det gjelder samlokalisering og rekonstruering knyttet til skoler og anlegg, etableringen av nytt sentrallager og investeringer i innsatsbekledning og utstyr. Alt dette er i tråd med Stortingets forutsetninger og vedtak. Videre: Det er også enighet om at de grep som er tatt, er knyttet til struktur og omstilling ved at fire av fem sivilforsvarsleirer er solgt. Den operative styrken skal være redusert fra 10 000 til 8 000 tjenestepliktige, samtidig som krigsreserven er redusert vesentlig, fra om lag 35 000 til om lag 8 000 mannskaper. Dette betyr et langt mer rasjonelt sivilforsvar enn tidligere, og det gir rom for å fortsette innsatsen for å styrke kompetansen i Sivilforsvaret og innholdet i utdanning og øvelser for mannskapene. Også dette er viktig og helt i tråd med de vedtak som Stortinget har gjort. I tillegg til å sørge for å oppdatere det lovmessige grunnlaget for Sivilforsvaret sikrer man gjennom oppdatert lovgivning en viktig styrking av det totale beredskapsarbeidet ved å sørge for kommunal beredskapsplikt, økt fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Komiteen hadde, som også representanten Anundsen sa, en god og opplysende høring i sakens anledning, hvor hovedsaker bl.a. var nettopp Sivilforsvarets oppgavestruktur Det er i så måte betryggende og viktig å merke seg, slik komiteen gjør, at både Sivilforsvaret og DSB legger til grunn at de deler av omstillingsarbeidet som de har gjennomført, er gjort på en god og tilfredsstillende måte. Hele den organisatoriske omleggingen av Sivilforsvaret er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak også på dette området. Høringen og Høringen og behandlingen i komiteen bekrefter det jeg her sier. Så er det enighet i komiteen om at det skisserte investeringsetterslepet som ble anslått til 162 mill. kr over to år, gjenspeiler behovet for en engangsinvestering. Ytterligere investeringer i form av løpende utskifting av utstyr skal dekkes gjennom de årlige driftsbudsjetter til Sivilforsvaret. Saksordføreren sa, og komiteen understreker, at man selvfølgelig registrerer at regjeringen har foreslått 30 mill. kr i en egen bevilgning til Sivilforsvaret nå. Det er viktig for å greie å følge opp den bevilgningstakten som også er en forutsetning for at hele omorganiseringen av Sivilforsvaret skal kunne gjennomføres på en god måte. Det er bedt om en redegjørelse i revidert budsjett på dette punkt, slik at Stortinget tydelig kan få vite hva regjeringen mener om den siden av saken også. Det som på mange måter er sakens kjerne, er: Har regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak på dette punktet på riktig og tilfredsstillende måte? Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener at svaret på det spørsmålet er ja. Vi mener at det ikke er riktig, som opposisjonens flertall i komiteen indikerer, og slik som også Anundsen sa direkte i sitt innlegg, at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak. Vi mener at det er feil. Vi mener at det er feil. Vi mener at høringen, komitébehandlingen og de redegjørelsene vi for øvrig har fått, dokumenterer at det ikke er grunnlag for en slik tydelig kritikk som Anundsen ga uttrykk for i sitt innlegg, og som framkommer i innstillingen. Organiseringen er gjennomført; det er vi alle sammen enige om. Det er slik Stortinget bestemte. Riktignok kan man hevde at det er noen bevilgninger som gjenstår, men det er det ofte, og dette er fulgt opp i henhold til de vedtak som gjøres i forbindelse med de løpende statsbudsjettene. Da saken ble behandlet forrige gang, altså da man behandlet St.meld. nr. 22 i 2008, sa Stortinget at man forutsatte at man ville komme tilbake til disse spørsmålene gjennom de løpende budsjettbehandlingene. Det har også regjeringen gjort. Fremskrittspartiet er alene om en merknad knyttet til om det kan stilles spørsmål ved om statsråden har oppfylt sin informasjonsplikt. Jeg mener at det ikke er grunnlag for en slik merknad, og jeg markerer tydelig uenighet med den

Sivilforsvaret sine tilsette bl.a. følte sin arbeidssituasjon ut frå dei målsetjingane som regjering og storting har. Skulle dette då ha ført til at me klarte å skaffa noko meir pengar til Sivilforsvaret, er jo det positivt. I alle fall klarte me å plussa på 30 mill. kr. Så kjem me altså tilbake til vidare oppfølging av dei økonomiske forpliktingane som står igjen, i revidert budsjett og i Så dette blir følgt opp. Det eg ønskjer ein kommentar på frå statsråden, er den eine merknaden som komiteen står samla om, nemleg at ein klagar på at det ikkje er nokon god styringsdialog mellom departementet, Sivilforsvaret og dei tilsette. Det står direkte i ei utsegn at meldingar blir skuva «under teppet». Eg vil gjerne at statsråden seier noko om ho har teke ut teppet, eller om ho har tenkt å slutta med å skuva ting under teppet, eller korleis ein vil gripa fatt i den kritikken i forhold til regjeringa sitt arbeid med dette viktige feltet som Sivilforsvaret er. Sivilforsvaret er en viktig del av beredskapen. Det er en forsterkingsressurs som skal bistå nød- og

Det var da bred enighet i Stortinget om behovet for å modernisere og tilpasse Sivilforsvaret til dagens og framtidens behov. Det ble bl.a. lagt vekt på behovet for å skifte ut gammelt utstyr og å anskaffe materiell tilpasset dagens og framtidens utfordringer. Min partikollega Jan uttalte bl.a. den gang i debatten om hva som trengtes for at Sivilforsvaret skulle kunne ivareta sitt samfunnsansvar: «For at Sivilforsvaret skal kunne være i stand til å ivareta dette samfunnsansvaret, må Sivilforsvaret opprustes og moderniseres – og det haster. De siste årene har Sivilforsvaret ikke hatt penger til å erstatte gammelt og utslitt materiell, til å lære opp tilstrekkelig med nye mannskaper og til å trene Det meste av materiellet til Sivilforsvarets katastrofeinnsatsavdelinger er 40 år gammelt. Mannskapsuniformene er godt brukt i 30 år. Da sier det seg selv at de er rimelig slitte og gir liten beskyttelse. Det er lite verne- og sikkerhetsutstyr tilgjengelig. Sivilforsvaret mangler kjøretøyer, lensepumper, strømaggregater og sanitetsmateriell. Kristelig Folkeparti er opptatt av at denne Nytt materiell må på plass. Øvingsbudsjettet må økes. Sivilforsvaret trenger modernisering nå.» Meldingen og Stortingets behandling ga Sivilforsvaret grunn til å se lysere på framtiden. Bakgrunnen for at komiteen har tatt opp sak om dette nå, er som også komiteens leder har vært inne på, bekymringsmeldinger som kom fra ulike sivilforsvarsdistrikt. I tillegg varslet DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i årsrapporten for 2010 at de ikke evnet å gjennomføre Stortingets forutsetninger – fra den tidligere nevnte meldingsbehandling – med dagens bevilgningsbehov. En av fagforeningene – STAFO – uttrykker i brev til komiteen at regjeringens manglende oppfølging gjør at Sivilforsvaret risikerer å råtne på rot. I kontrollkomiteens åpne høring om saken deltok fire av distriktssjefene i Sivilforsvaret. I deres uttalelser kom det tydelig fram hvordan en gjennom flere år har tært på de ressursene en har hatt, uten at fornyelsen har kommet i særlig grad i samsvar med sårbarhetsutviklingen i samfunnet. Det blir da problematisk å håndtere store og komplekse hendelser. Den optimisme som kom etter stortingsmeldingen i 2008, har nå tydeligvis blitt mindre, siden bevilgningene ikke har kommet, slik en hadde regnet med. Det gjør noe med motivasjonen i etaten og hos mannskapene, der ikke alle engang har fått nye uniformer ennå. Komiteens høring viser med all tydelighet at stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne av denne så langt ikke er godt nok fulgt opp fra regjeringens side. Dette er alvorlig. Det er nødvendig at Sivilforsvaret settes i stand til å løse de oppgaver som Stortinget har forutsatt. I budsjettet for 2012 er det lagt inn bevilgninger som bedrer noe på situasjonen, men tilsvarende summer trengs også framover for at de nødvendige investeringene skal bli gjort. Investeringsetterslepet ble anslått til 162 mill. kr over to år i stortingsmeldingen. Av dette gjenstår fortsatt 97 mill. kr. En samlet komité legger til grunn at regjeringen redegjør for situasjonen i Sivilforsvaret – herunder forventet investeringsframdrift – i revidert nasjonalbudsjett. Sivilforsvaret har behov for forutsigbare rammebetingelser. Det er derfor viktig med en rask avklaring av om behovet for investeringer blir fulgt opp, eller om Sivilforsvaret må basere sin drift på det utstyret de i dag har tilgjengelig. Jeg forutsetter at regjeringen informerer Stortinget grundig om konsekvensene det i så fall vil få. Sivilforsvaret er en viktig instans. Uromeldinger fra så vel direktorat som distriktssjefer og tjenestemannsorganisasjoner er noe departementet må ta på alvor. alvor. Regjeringen har også en plikt til å gi Stortinget nødvendig informasjon om hvordan Stortingets forutsetning følges opp. Erfaringer har vist at det er

Sivilforsvaret er en etterspurt og viktig aktør når store hendelser inntreffer, og får gode tilbakemeldinger for sin innsats. Sivilforsvaret er i år 75 år og har vært igjennom en rekke omstillinger og omorganiseringer siden oppstarten i mellomkrigstiden. Mens Sivilforsvarets oppgaver tidligere var forankret i krig, er dagens hovedoppgave forankret i fred. Sivilforsvarets hovedoppgave er i dag å forsterke innsatsen til en rekke etater med ansvar innenfor rednings- og beredskapsområdet. Denne omleggingen fordrer naturlig nok et behov for omstillinger og moderniseringer i etaten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB – utarbeidet på denne bakgrunn en sivilforsvarsstudie som ga en gjennomgang av omstillings- og moderniseringsbehovet i Sivilforsvaret. Studien kartla også et behov for å skifte ut og oppgradere utstyr i Sivilforsvaret, herunder innsatsbekledning, som fra Sivilforsvarets side er framhevet som første prioritet. Justisministeren satte Sivilforsvaret på den politiske dagsordenen ved å igangsette fire hovedtiltak: omtale av Sivilforsvaret i St.meld. nr. 22 for 2007–2008, jf. Innst. S. nr. 85 for

Videre er hovedtiltakene knyttet til restrukturering av Sivilforsvaret på det nærmeste ferdigstilt. Jeg nevner at Sivilforsvarets kompetansevirksomhet ble samlokalisert på Starum fra 1. august i år, noe som er ventet å gi en økning i antall utdannede årlig, fra ca. 680 tjenestepliktige hvert år til 750 tjenestepliktige fra neste år. En rekke sivilforsvarsanlegg det ikke lenger er beredskapsmessig behov for, er avhendet, herunder er fire av fem sivilforsvarsleirer solgt. Med Sivilforsvarets sentrallager har vi fått en sentral logistikkfunksjon i Sivilforsvaret. Sivilforsvarets operative styrke er redusert fra 10 000 til 8 000 mannskap, og krigsreserven er redusert fra om lag 35 000 mannskap til 8 000 mannskap. Den nye strukturen er ikke helt men ved behov er det muligheter for å kalle inn mannskap som fortsatt står i gammel struktur i rullene. Dette betyr at jeg har 8 000 tjenestepliktige, selv om det gjenstår noe arbeid i forbindelse med den nye strukturen. Komiteen har pekt på at det er viktig at øvingsaktiviteten kommer opp på planlagt nivå så fort som mulig. Jeg er opptatt av at det ikke skal ta for lang tid å få denne aktiviteten opp på et forsvarlig nivå. DSB har opplyst at øvingsaktiviteten i Sivilforsvaret vil forbedres gradvis, med en styrking av øvingsaktiviteten i 2012 og en ytterligere styrking i 2013. Ambisjonen er at alt tjenestepliktig personell i de operative avdelingene skal øves innen 2014, slik det er forutsatt i St.meld. nr. 22. I forbindelse med denne meldingen ble det omtalt at det er kartlagt et samlet investeringsbehov knyttet til utskifting og anskaffelse av nytt utstyr i Sivilforsvaret på 162 mill. kr, hvor ny innsatsbekledning er framhevet som førsteprioritet. Som komiteen har pekt på, gjenstår en del av disse investeringene. Det er samlet bevilget 50 mill. kr til formålet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Dette er inklusive 30 mill. kr i 2011, jf. Prp. 154 S for 2010–2011 om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for inneværende år. I tillegg er det bevilget om lag 15 mill. kr til formålet gjennom bruk av nettoinntekter som framkommer gjennom salg av sivilforsvarseiendommer. Utover dette har DSB gjennom omprioriteringer innen ordinær ramme bevilget 17,5 mill. kr til formålet. Dette betyr at det er bevilget i alt 82,5 mill. kr til Sivilforsvaret. I løpet av 2011, eventuelt primo 2012, vil det være innfaset ny bekledning for halvparten av mannskapene. Behovet for støvler og hjelmer blir dekket fullt ut i inneværende vil det være investert i innsatsbekledning til om lag 7 500 mannskaper. Samtidig er ambisjonen at hele styrken skal være satt opp med ny innsatsbekledning innen 2012. Jeg har forståelse for Sivilforsvarets bekymringer i forbindelse med utstyrssituasjonen. Jeg er kjent med at innsatsen for mange mannskaper ofte kan være meget krevende, med gamle uniformer, ikke minst i det kraftige regnværet under de flommene vi har hatt de senere år. år. Jeg tar tilbakemeldingene fra Sivilforsvaret på alvor. Det må det ikke herske tvil om. Til spørsmålet fra representanten Langeland kan jeg opplyse at det er etablert en styringsdialog som også omhandler behandling av bekymringsmeldinger. Det er i tillegg etablert en ordning med et arbeidsutvalg Sivilforsvaret. Dette utvalget har årlige kontaktmøter med Justisdepartementet, hvor Sivilforsvaret kan løfte fram aktuelle temaer og drøfte disse også med politisk ledelse. For øvrig møter Justisdepartementet Sivilforsvaret gjennom året også på ulike konferanser, seminarer og ikke minst ved

og konsept vil selvsagt også bli omtalt i denne meldingen. La meg først si at jeg er glad for at statsråden nå gjorde det uttrykkelig, og helt utvetydig, klart at vi får en orientering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett også hva gjelder revidert investeringsplan for Sivilforsvaret. Det er et veldig viktig punkt for at Sivilforsvaret skal få de forutsigbare rammevilkårene som de har behov for. Jeg tok egentlig ordet bare for å oppklare det som har vært en åpenbar misforståelse i representanten Kolbergs innlegg, hvor han hevdet at Fremskrittspartiet sto alene om en merknad hvor vi satte spørsmålstegn ved om opplysningsplikten eller informasjonsplikten var oppfylt. Det er ikke riktig. Vi står alene om en merknad hvor vi skriver at det er «uheldig» at disse opplysningene ikke er brakt videre til Stortinget, men vi har ikke satt spørsmålstegn ved

så man kunne latt det være. Men det var representanten Kolbergs forsøk på å gi Stortingets opposisjon en manuduksjon i informasjonsplikten som fikk meg til å ta ordet, og det er prinsipielt viktig. Det som står som merknad fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, er faktisk at de mener at Stortinget «burde fått en mer utfyllende omtale enn det tilfellet er Jeg oppfatter det da slik at representanten Kolberg mente at all informasjon som blir gitt, var utfyllende nok. Men så leser man videre i innstillingen, hvor man faktisk siterer fra fagbevegelsen. Jeg trodde iallfall det ville gjøre representanten Kolberg litt mildere stemt. Vi peker på at NTL Samfunnssikkerhet og beredskap sier at «ved å lese beskrivelsene av Sivilforsvaret i St. prop. 1 er det få av er det få av de utfordringene som Sivilforsvaret har som kommer tydelig frem». De som var berørt – og organisert – av dette, mener altså at beskrivelsen i Prop. 1 S ikke var god nok. Jeg vet ikke om vi kan vente oss et oppgjør med fagbevegelsen fra denne talerstol, eller om representanten Kolberg vil velge seg andre fora. Men jeg tror faktisk det er klokt av regjeringer å beskrive virkelighetens Norge i sine dokumenter til oss. Så får man heller overlate til representantene for regjeringspartiene å gjøre virkeligheten enda vakrere, om nødvendig. Jeg må si at jeg er meget fornøyd med statsrådens avslutning, at hun om å gi en redegjørelse om situasjonen i Sivilforsvaret ved første mulige anledning – som jo er revidert budsjett til våren. Jeg har evnen til å ha såpass mye ydmykhet at

rette uttrykket. Det forstår jeg. Men ikke desto mindre relaterte jeg mitt innlegg til den merknaden som Fremskrittspartiet står alene om, og ikke det som representanten Foss nå var innom. Jeg mener, som representanten Foss sa, at regjeringen har opplyst Stortinget på en grei og skikkelig måte. Det er ikke slik at man bevisst har forsøkt å holde noe av dette borte. Det har vært informert om dette gjennom statsbudsjettene; det har vært sagt tydelig der på forskjellige måter hvordan denne utviklingen har vært fulgt. Jeg mener derfor at det ikke var grunnlag for spesielt den merknaden som Fremskrittspartiet hadde, og det var det jeg relaterte meg til. Flere har ikke bedt om ordet til sak

at regjeringen legger fram en årlig melding om hvordan Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak er fulgt opp av regjeringen – hva regjeringen har gjort, eller hva de tenker å gjøre med vedtakene. Statsministerens kontor har innhentet uttalelser fra de respektive departementer om oppfølging og behandling av vedtakene fra stortingssesjonen Regjeringen legger i meldingen vekt på at Stortinget alltid skal få en tydelig tilbakemelding om oppfølgingen av de enkelte anmodningsvedtak. Det skal alltid gå tydelig fram når et dokument fra regjeringen til Stortinget inneholder en oppfølging av og et svar på et anmodningsvedtak fattet av Stortinget. Antall anmodningsvedtak ligger nå på et lavt nivå, sju i forrige sesjon, og antallet har for øvrig variert ganske sterkt fra sesjon til sesjon, men med en markant topp i 2008–2009. Det ble ikke fattet noen utredningsvedtak i 2010–2011. Det bør imidlertid understrekes at meldingen også redegjør for anmodningsvedtak fra stortingssesjonene 2009–2010 og der det gjensto henholdsvis sju og åtte vedtak. Fem av disse vedtakene vil fortsatt bli fulgt opp av komiteen. La meg kort trekke fram to av anmodningsvedtakene som tas opp i innstillingen. Det ene er et vedtak fra 3. desember 2010, der regjeringen bes vurdere å ta initiativ til en gjennomgang av organiseringen av Nordisk Ministerråd med sikte på en forenkling, effektivisering og fokusering av arbeidet. Dette er et viktig initiativ fra Stortingets side. Det går fram av svaret fra regjeringen at dette følges opp. Det er satt i gang et arbeid fra de nordiske samarbeidsministrenes side for å styrke det nordiske samarbeidet både når det gjelder effektivisering og de politiske prioriteringene. Arbeidet vil fortsette under det norske formannskapet i 2012, og Stortinget vil bli holdt Komiteen avventer tilbakemelding om resultatene før vedtaket kvitteres ut. Det andre jeg vil nevne, er et anmodningsvedtak fra stortingssesjonen 2009–2010, der Stortinget ber regjeringen gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler og legge saken fram på egnet måte. Dette er tydeligvis et arbeid som tar tid. Komiteen hadde en merknad om saken i fjorårets innstilling som var Innst. 167 S for 2010–2011. Fornyingsdepartementet sier i et brev av 5. september i år bl.a. at det skal opprettes et utvalg med relevant juridisk og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. I tillegg skal de politiske partiene som er representert på Stortinget, være representert i utvalget som skal oppnevnes i statsråd før

Regjeringspartiene mener at vedtaket er tilfredsstillende fulgt opp. Det er imidlertid et syn opposisjonen ikke deler, og jeg antar at det vil bli begrunnet etter saksordførerens innlegg. Med dette anbefaler jeg komiteens innstilling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Denne type saker, om endringer i statsbudsjettet for

Men det har kommet noen bekymringsmeldinger, og det har også komiteen omtalt – bl.a. er komiteen bekymret for at det nye nødnettet ikke får det antall brukere som man hadde ønsket seg. Det kan men det virker som om mange nå avventer å tegne seg som brukere av nødnettet, og det er i seg selv en bekymring. Her er det bare å be regjeringen og statsråden følge dette meget nøye, når utvidelsen også kommer. I tillegg er det uttrykt en liten bekymring i forhold til den store økningen av særskilte straffesaksutgifter. Den kan selvfølgelig ha kommet i kjølvannet av 22. juli, men noe konkret har ikke komiteen fått å forholde seg til. Det er tydelig at det har skjedd mer på det feltet enn det som skjedde 22. juli. Jeg regner med at de andre partiene vil redegjøre for sitt syn. Fremskrittspartiet har imidlertid lagt inn et eget forslag, fordi vi er grunnleggende bekymret for at vi har en nedbemanning i nesten 20 politidistrikt. På tross av at det er regjeringen, den forrige justisminister og nåværende justisminister påpeker – at det har vært en relativt god økning i politibudsjettene, så er det altså ikke tilfredsstillende i forhold til den målsettingen vi alle sammen har satt oss om å nå målet om to tjenestemenn per 1 000 innbyggere i 2020. Jeg registrerte at justisministeren hadde blitt i Klassekampen. Men vi har fortsatt en evne til å se litt for mye tilbake. Hvis en skal ta det hele og fulle bildet i forhold til situasjonen i politiet i dag, kan man ikke bare fokusere på de økte bevilgningene. Man må også se det i sammenheng med at politiet har fått vesentlig flere oppgaver. Vi må se det i sammenheng med den enorme befolkningsøkningen, vi må se det i sammenheng med at flere oppgaver. Vi må se det i sammenheng med den enorme befolkningsøkningen, vi må se det i sammenheng med at flere og flere land har fri tilgang til Norge – altså at grensene bygges mer og mer ned – og at kriminaliteten har blitt skarpere og mer intelligent, hadde jeg nær sagt. Det betyr at politiet selvfølgelig også må ha økte ressurser både når det gjelder økonomi, nye metoder og ikke minst personell. Derfor har, som sagt, Fremskrittspartiet lagt inn et forslag om at vi bevilger allerede nå de nødvendige midlene. Nå er det litt uenighet om hvor mange politistudenter som står uten jobb – jeg registrerer det. Det er veldig vanskelig å bli enige om hva som er det riktige tallet. Men det som er helt sikkert, er at ikke alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2010, har fått jobb, ikke alle som har gått ut av Politihøgskolen i 2011, har fått jobb – og jeg er også helt sikker på at det budsjettet som det legges opp til i 2012, ikke sikrer alle politistudentene som går ut i 2012, jobb. Derfor synes ikke jeg at Fremskrittspartiets forslag er en provokasjon, det er nærmest en utstrakt hånd til alle partiene

gjennom en form for sitt ned-aksjon. Det bør vi ta inn over oss. Jeg vil også nytte anledningen til å komme med et relativt forsinket svar på en replikk som falt under justiskomiteens behandling av 2012. Hvis jeg ikke husker helt feil – med et lite forbehold – var det representanten Hagebakken som satte spørsmålstegn ved Fremskrittspartiets alternative budsjett i forhold til at vi kuttet så mye innenfor asylområdet. Da er det fint å se at den saken vi behandler nå, viser at Fremskrittspartiets politikk virker. Her er det slik at regjeringen faktisk sparer man har fått en liten nedgang i asyltilstrømningen, og man har fått en liten nedgang i unge enslige asylsøkere. Det er en marginal nedgang i forhold til tilstrømningen, men det er altså 175 mill kr spart i budsjettet. På tross av at man har en nedgang, viser oppslag nå at Norge er på toppen – allikevel

Jeg tror ikke at det er den eneste årsaken, bare så jeg har fått bemerket det. Så vil jeg avslutte med et eksempel på at ikke alt er som det skal være, og det gjør jeg med et oppslag i Aftenposten lørdag 10. desember. Vi har hatt høyt fokus på kampen mot voldtekt, voldtekt, særlig overfallsvoldtekter. I Aftenposten lørdag vises det til et eksempel der en har vært utsatt for voldtekt – og nå har ikke jeg noe forutinntatt standpunkt i saken, for saken er anket – og vedkommende asylsøker som har voldtatt, blir dømt i tingretten. Poenget mitt er at det vil ta nesten to år år før saken kommer opp igjen i lagmannsretten. Mens denne asylsøkeren har fått midlertidig opphold i Norge, søker vedkommende om familiegjenforening og får familiegjenforening ti dager før saken skal opp i tingretten. Det er klart at når man får slike saker, er det vanskelig å ha riktig fokus på å bekjempe kriminalitet og særlig voldtekt. Min oppfordring til statsråden og regjeringen er: Hvis man virkelig mener noe med å bekjempe kriminalitet, særlig voldtekt, må man se på hele sirkelen. Her er det problematisk at det er en asylsøker som begår kriminalitet, er det problematisk at det er en asylsøker som begår kriminalitet, det er problematisk at saken trekker så langt ut i tid, og det er problematisk at en som er tiltalt for voldtekt, faktisk får familiegjenforening i den tiden han har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Jeg vil fremme det forslaget som Fremskrittspartiet står bak i innstillingen. Representanten Per Sandberg har tatt opp det forslaget han refererte til. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 15. Vi er klare til å gå til votering.

er fem

i

ja,